vil anmode sekretæren for det forrige storting, Runar Sjåstad , om midlertidig å fungere som sekretær.

ledd som ikke videreføres. Denne bestemmelsen gjaldt erklæringer i tilknytning til forskrifter vedtatt etter koronaloven, som ble opphevet 27. mai. – Det anses vedtatt. Fungerende president vil i medhold av Stortingets forretningsorden § 79 fremme forslag om å fravike Stortingets forretningsorden slik at komiteene kan avholde møter og treffe avgjørelser uten å måtte møtes fysisk, dette for å begrense risikoen for smittespredning. Det foreslås derfor følgende vedtak: «Inntil videre settes kravet om fysisk tilstedeværelse i komitémøter, jf. §§ 25 og 26, ut av kraft.» – Det anses vedtatt. Fungerende president vil i denne sammenheng også minne om smittevernet, særlig på de dagene der mange av representantene er samlet her i salen. Det foreligger fem permisjonssøknader: fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Torhild Bransdal i tiden fra og med 1. oktober og inntil videre fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Magne Rommetveit i tiden fra og med 1. oktober og inntil videre fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Jonny Finstad i tiden fra og med 1. oktober og inntil videre fra Rødts stortingsgruppe om omsorgspermisjon for representanten Bjørnar Moxnes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 For Nordland: Elizabeth Åsjord Sire 1. oktober og inntil videre For Oslo: Seher Aydar 1. og 2. oktober og Mats A. Kirkebirkeland 1. oktober–4. februar Leif Audun Sande, Elizabeth Åsjord Sire, Saher Aydar og Mats A. Kirkebirkeland er til stede og vil ta sete. Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president . Jeg har gleden av å foreslå Tone Wilhelmsen Trøen . Da er Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident . Det er en glede å foreslå Eva Kristin Hansen . Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre visepresident . Jeg har æren av å foreslå Morten Wold. Morten Wold er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Morten Wold. Morten Wold er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident . Jeg har den ære å foreslå Magne Rommetveit . Magne Rommetveit er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets

Ingjerd Schou . Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær Runar Sjåstad . Runar Sjåstad er foreslått som sekretær. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på visesekretær . Jeg har gleden av å foreslå Ingunn Foss . Ingunn Foss er foreslått som visesekretær. – Andre forslag er ikke fremkommet. Norges 165. storting erklæres herved lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. – Det anses vedtatt. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet og etter at trontale og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten ved Stortingets åpning – og anser også denne bemyndigelse for gitt. Som deputasjon oppnevnes Helge Orten, leder, Sylvi Listhaug, Else-May Norderhus, Marianne Synnes Emblemsvåg, Jon Georg Dale, Fredric Holen Bjørdal og Vetle Wang Soleim. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Stortingets representanter blitt innbudt til gudstjeneste i Oslo domkirke fredag 2. oktober kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.